femte ledd nå er tatt inn at Fylkesmannen kan sette et øvre tak. Senterpartiet har også understreket, i merknads form, at det er viktig at en er tilbakeholden med å bruke denne adgangen i situasjoner der det ligger an til at en kan komme fram til en frivillig løsning. Senterpartiet har i merknadene også pekt på at en skulle ønsket, selv om det har vært mye konsultasjon i saken, at en hadde gått en ekstra runde for å ha sett om det var mulig å få en enighet om denne saken, fordi jeg tror at det i det lange løp er viktig at konsultasjoner ender med at en kommer fram til en felles enighet, at det er viktig for å sikre legitimiteten til den forvaltningen en driver. meg starte med å seie noko for første gong: Eg synest representanten Knut Storberget har halde eit framifrå innlegg, der han faktisk trekkjer fram kjernen i det som er den reelle utfordringa vi står i, knytt til reintal i delar av reindriftsnæringa. Det har gjennom lang tid gått føre seg eit arbeid med å endre bruksreglar i reinbeitedistrikta, og det har vore fastsett øvre reintal for den einskilde siidaen. Der talet har vore for høgt, har ein redusert dette ved at kvar enkelt siidadel i eit distrikt har redusert med lik I visse tilfelle har det også vore nødvendig å treffe vedtak om tvangsmulkt overfor dei som ikkje har retta seg etter pålegg om reduksjon. Det har vore ein veldig krevjande prosess, men ein er i hovudsak i mål, og talet på rein i Finnmark er nede på det som er fastsett, sjølv om vi har enkelte utfordringar i enkelte reinbeitedistrikt Det er no heilt avgjerande for å sikre berekraft i næringa framover at ein ikkje får ein ny auke i reintalet. Det er svaret på kvifor denne saka, som heilt sikkert kunne vore konsultert ein runde eller to til – men eg er relativt trygg på at det ville ha gjeve same utfall – faktisk kjem til Stortinget no. Det er fordi at der er seriøse aktørar i reindrifta som har gjort jobben for å få reintalet ned på eit berekraftig nivå, som legg grunnlag for ei økologisk berekraftig reindriftsnæring, som legg grunnlag for ei økonomisk berekraftig reindriftsnæring, og som legg grunnlag for ei kulturelt berekraftig reindriftsnæring. Utan at vi tek det på tilstrekkeleg alvor, og sørgjer for at vi har tilstrekkeleg lovheimel for å handtere det som er nødvendig, dersom nokon no begynner å posisjonere seg på nytt, ville vi kunne hatt ei betydeleg utfordring innan kort tid. er det viktig at Stortinget gjer det dei legg opp til i denne innstillinga, og sørgjer for at vi har dei fullmaktene ein treng. Ein presiserer, både frå vår side og frå komiteen, at det er når særlege grunnar talar for det, at Fylkesmannen skal bruke denne heimelen. Det aller beste er når siidaane sjølve, når reindrifta sjølv, finn fram til gode, hensiktsmessige løysingar. Men i reindrifta må dei også vente seg at dersom dei held dette gåande over tid, i ein evig dialog og internt arbeid, mens enkelte posisjonerer seg, har Fylkesmannen sanksjonsmyndigheit. Utan det vel ein parti med dei som ikkje har villa gjort jobben i reindrifta dei siste åra, og eg opplever at det er det Konsekvensane av det vil vere – over tid – at viss vi ikkje har tilstrekkelege heimlar, vil vi kunne sjå ny posisjonering. SV brukar å vere opptekne av økologisk berekraft, men det er den som først og fremst er trua, for utøvinga av reindrifta handlar til sjuande og sist om forvaltning av biologiske ressursar som i periodar er knappe. Når vi manglar slike ressursar, har vi heller ikkje grunnlag for at folk kan leve utelukkande av næringa. Det at vi faktisk ikkje har tilstrekkeleg sanksjonsmyndigheit, kan bidra til å svekkje heile det biologiske mangfaldet, heile grunnlaget for ei økologisk berekraftig reindriftsnæring, i delar av landet. Det ville vere synd for moglegheita vi har til å utøve ei næring som har lange og stolte tradisjonar. Difor er eg overraska over at SV gjer det, basert på ein dom som er anka, og dermed ikkje rettskraftig. Det hadde vore oppsiktsvekkjande viss det hadde vorte vedteke, og vi hadde fått sett konsekvensane ved ny posisjonering. Difor er eg glad for at Stortinget er seg sitt ansvar bevisst, at ein har funne fram til felles løysingar, at ein understrekar at dei fem konsultasjonane og den eine høyringa, i tillegg til det som Stortinget sjølv har gjort, må vere tilstrekkeleg, og at vi held oss godt innanfor folkeretten når vi no fastsett ny § 60. Det vil bidra til at vi kan ha ei fornuftig, økologisk berekraftig reindriftsnæring over heile landet dei komande åra.

og det blir jo mest slik at man teller antall konsultasjonsrunder. Siden noen av oss for ti år siden fikk lov til virkelig å prøve konsultasjoner med det samiske folk da vi etablerte Finnmarkseiendommen – vi konsulterte også i Stortinget, en helt spesiell ordning egentlig, utover høring – ville det være interessant å høre om statsråden vurderer det slik at konsultasjonene i denne runden ikke bare i antall, men i kvalitet og tyngde var tilstrekkelig for å kunne oppnå mest mulig konsensus. Med det mener jeg i hvilken grad politisk ledelse, toppen av departementet, deltok i disse konsultasjonene for å prøve å skape slik Eg har eit godt embetsverk i Landbruksdepartementet, som har ført desse konsultasjonane på bakgrunn av dei mandata det har hatt frå politisk leiar. Eg opplever at dersom det var ein opsjon å kome i ein situasjon der vi ikkje hadde gjort nokon innskrenkingar, ville det vore mogleg for meg å gå nye rundar og få til ei einigheit med Sametinget og Men eg meiner at den situasjonen vi har hatt i reindrifta, er det nødvendig å ha heimel for å handtere. Eg meiner at å ta ein runde til, som ein aldri kan utelukke har ein verdi i seg sjølv, neppe ville ha tilført konsultasjonane noko nytt som hadde brakt oss nærare einigheit, basert på at eg meiner, som eg er glad for at Stortinget også no sluttar seg til, at det er heilt for at ein i særlege situasjonar der reindrifta ikkje klarer å ordne opp sjølv, kan fastsetje eit øvre reintal. Det har frå ulike aktørar

påverka utfallet i denne saka? Gjennom konsultasjonsrundane har både Sametinget og NRL fremja ulike syn som departementet har vurdert. Vi har enda opp med eit forslag som får brei tilslutning i Stortinget i dag, og som er basert på eit ønske om å finne løysingar frå staten si side, men som likevel måtte vere ei løysing som innebar ein tilstrekkeleg heimel for å handtere ei eventuell oppbygging av nye reintal, slik at dei som faktisk har vore villige til å gjere jobben, ikkje vert taparane ved den reduksjonen vi har hatt i reintalet dei siste åra. Det er eg glad for vert utfallet av behandlinga i

helst måte fekk innverknad på det vi i dag behandlar. Hadde det nokon som helst påverknad på utfallet som vi i dag behandlar? Ja. Mine og departementets vurderingar er påverka av dei konsultasjonsrundane vi faktisk har vore igjennom. Dersom det ikkje hadde vore slik, hadde vi ikkje brukt fem ulike konsultasjonar og ei høyring for å prøve

konsultasjonsordninga berre er ein fasade for samtalar som har vore mellom regjeringa og Sametinget. Når vi også høyrer frå aktørane at hadde ein berre tatt seg litt betre tid, hadde ein berre late det påverke kalenderen litt meir, ville ein kunne klart å kome til einigheit i ei komplisert sak. Så mitt siste spørsmål til statsråden er: Var det rett og slett fordi at ein ikkje hadde nok tid, at ein ikkje lét dette bli påverka, eller hadde ein faktisk bestemt seg på førehand for kva utfallet skulle bli – same kva? Dette reagerer eg på. Vi har ført fem konsultasjonar og hatt ei høyring, og dersom signala hadde vore at ved å ta eit møte til så hadde vi landa i mål, som gjorde at vi hadde fått til ei felles forståing med Sametinget og NRL, så hadde eg naturlegvis gjort det. Men gjennom dei konsultasjonane som har vore, har det ikkje kome eit einaste slikt signal som skulle tilseie at ved å ta eit møte til så hamna vi i ein situasjon der vi fekk denne moglegheita som denne lovheimelen no gjev oss, og som vi meiner at vi er heilt avhengige av, og som Stortinget i dag kjem til å slå fast at vi er heilt avhengige av. Påstanden om at dette er eit spel for galleriet, og at konsultasjonane ikkje er reelle, reagerer eg på, for slik forsøkjer iallfall ikkje eg å opptre med omsyn til det ansvaret vi har for å føre reelle konsultasjonar med både Sametinget og NRL. En siste replikk til Torgeir Knag Fylkesnes, men da må det være et nytt tema. Nei, eg kan ta det

Derfor støtter De Grønne at Fylkesmannen nå gis hjemmel til å fastsette et øvre reintall per siidaandel når særlige grunner foreligger, men med adgang for to eller flere siidaenheter til å bli enige om en annen reintallsfordeling innenfor rammen som følger av Fylkesmannens vedtak. Å avvise denne lovendringen vil etter vår mening føre til en situasjon hvor reintallet igjen kan øke, og dermed true grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift, i hvert fall i visse områder. Av høringen går det fram at Norske Samers Riksforbund og Sametinget ønsker en mer helhetlig gjennomgang av reindriftsloven. Da Miljøpartiet De Grønnes landsstyre tok opp forvaltningen av reindriften og overveide problematikken, var en revisjon av reindriftsloven nettopp ett av de tiltakene vi gikk inn for. Det mener vi av hensyn til både økologi, dyrevelferd og en sikrere framtid for reindriftsutøverne. Vi som gir både reindriften selv og forvaltningen makt til å regulere reintall i tråd med det naturen tåler, også når man i reinbeitedistrikter ikke klarer å oppnå en felles enighet. Dette er avgjørende for at reinnæringen fortsatt skal være både en levevei og en av de viktige kulturbærerne for det samiske folket. Norge har forpliktet seg bl.a. til å la det samiske folket så langt som mulig «utøve kontroll over sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling». Det kan ikke være tvil om at reindrift er en avgjørende kulturell og økonomisk faktor for en del av det samiske folket, og et oppdatert lovverk må derfor se på muligheten for å overføre mer makt til reindriften selv, dersom dette kan skje uten interessekonflikt med grupper utenfor reindriften og innenfor økologiske tålegrenser. Overbeiteproblematikken er de siste årene håndtert gjennom reindriftslovens hjemmel for forholdsmessig reduksjon. Dette er en kollektiv sanksjon i et reinbeitedistrikt, og det pålegges slakting av rein som ikke er forholdsmessig i forhold til den enkelte reineiers bidrag til problemet. Det har ført til konflikt, til rettssaker og til fortvilelse. Noen av dem som er rammet, har ikke selv bidratt til problemet, mens noen av dem som har økt flokkene sine før reduksjonsprosessen, har hatt mer å ta av. De Grønne mener at det foreslåtte tillegget i reindriftsloven vil redusere sjansen for at vi i framtida får urettferdige sanksjoner i form av forholdsmessige reduksjoner for å redusere antallet. Vi trenger helt klart flere verktøy mot overbeite enn slike sanksjoner, som treffer alle uavhengig av i hvilken grad de har vært lojale eller ikke mot de Disse verktøyene må vi finne i en åpen prosess som skaper tillit, og i respekt for lovverket. Reindriften selv må selvfølgelig være en del av prosessen. I tråd med våre folkerettslige forpliktelser bør en del tiltak gå i retning av at reindriftsnæringen selv får overført mer makt og ansvar, men staten har likevel en hjemmel og en plikt til å regulere for å ta vare på kultur og miljø. Det er nødvendig å gi både forvaltningen og reindriften nye verktøy nå. Forslaget som SV kommer med, er forståelig i sin intensjon, men en utsetter etter våre begreper denne prosessen, og vi vil derfor ikke støtte det. Når det gjelder å løse utfordringene i næringen gjennom tilskuddsforskriften, er De Grønne ikke enig i at de kan løses gjennom markedsmekanismen isolert sett. Derfor oppfordrer vi i stedet til å komme med flere aktive tiltak for

med. Men det er den kollektive effekten av nedslaktinga som har vore hovudkritikken frå reindrifta si side, altså at ein kan ta utgangspunkt i andre typar tal, historiske data, når ein skal rekne ut korleis ein skal redusere flokkar. Det har ein ikkje vore villig til å gjere, og dermed har ein enda opp i ei relativt blind pst. tvangsslakting i enkelte reinbeitedistrikt. Det har utløyst desse rettssakene, som eg meiner har vore veldig uheldige. Eg meiner rett og slett at regjeringa tar for lett på denne kompleksiteten. Det er litt av bakgrunnen for at SV ikkje utan vidare går med på desse endringane, når det er så tydelege signal frå samisk hald på at ein her har gått raskt fram, og der ein har bestemt seg for utfallet av prosessane i forkant. Vi må prøve å ta konsultasjonsinstituttet meir på alvor. Det meiner eg eigentleg er utgangspunkt for ein større diskusjon i denne salen: Kva er status med Sametinget? Den konsultasjonsordninga er jo grunnlaget for etableringa av Sametinget. Den har endra seg, endra karakter. No blir det innvilga stadig færre moglegheiter til konsultasjon i sakar der Sametinget ønskjer konsultasjon. Det hadde vore interessant å vite kvifor ein ser på det som vanskeleg å innfri Hadde ein jobba litt raskare, hadde ein tatt mindre lett på det, hadde ein brukt godt med tid på dette, kunne ein ha kome fram til ei løysing som kunne redusere den økologiske skaden dette har medført, som kunne vore ei god løysing med samane, og ikkje minst kunne ha varetatt den viktige sjølvråderetten som vi er folkerettsleg forplikta til å ha. Men eg synest det er trist at vi berre køyrer på vi berre køyrer på og overstyrer eit innspel frå alle dei som er aktørar i denne næringa. Det er ikkje særleg ofte vi gjer det i Stortinget, iallfall ikkje med ei kulturberande næring. Representanten Oskar J. Grimstad har ikke hatt ordet tidligere i debatten og får derfor en taletid på 5 minutter. Eg må seie som sant er, at eg ikkje hadde tenkt å ta ordet, men Sosialistisk Venstreparti si haldning og argumentasjon i denne saka Sosialistisk Venstreparti si haldning og argumentasjon i denne saka provoserer enormt med tanke på dei utfordringane vi ser, som gjeld både økologi, berekraft og kultur, og som Storberget var inne på på ein meget god måte. Men det er ei problemstilling som ingen, ikkje SV eingong, har adressert – det blei nemnt av Rasmus Hansson – og det handlar om dyrevelferd. Denne problemstillinga har vi hatt over lang tid, og vi har sett at det har utfordra dyrevelferda kraftig. Også på det grunnlaget måtte ein begynne å gjere noko med det og rett og slett slutte å premiere desse som vel å ikkje ta sitt ansvar. Premiering av dei som ikkje tok ansvar, og skade for dei som tok ansvar, kunne ein ikkje leve med lenger. Det vi ser no, er at SV vil ha dialog. Etter at ein har prøvd og ser at ein ikkje når fram, skal ein altså fortsetje med ein dialog som ikkje fører fram. Trass alle dei utfordringane som har vore nemnde, vil SV no late det skure og gå. Eg er glad for at eit så stort fleirtal, då med unnatak av SV, sluttar seg til den heimelen og det lovvedtaket som var heilt nødvendig for å fjerne dette problemet som har fått lov å utvikle seg over altfor lang tid. Representanten Knag Fylkesnes seier frå talarstolen i sitt andre innlegg i dag at «aktørar tar seg til rette, og det må ein gjere noko med». Det er eit forslag for å kunne gjere noko med det Stortinget har til behandling i dag, og som SV då røystar imot. Det er det som er paradokset for meg under behandlinga av denne saka. Og etter runden med konsultasjonar, som Knag Fylkesnes gjentek kritikken av, var altså beskjeden frå staten til Sametinget og NRL at om dette ikkje er ein måte vi til Sametinget og NRL at om dette ikkje er ein måte vi bør løyse problemet på, korleis vil de at vi skal løyse det? Kom med eit alternativt forslag. Det fekk staten aldri. Vi har hatt fleire konsultasjonsrundar, og Sametinget har behandla saka og konkludert med at det ikkje er behov for endringar av lova no, men meiner SV at vi hadde løyst problemet med å ta ein ny konsultasjonsrunde. Det kjem ingen forslag når ein vert oppfordra til alternative løysingar, og konklusjonen er at ein ikkje treng lovendringar. Då er det for meg så enkelt som at eg meiner at grunnlaget for å få til andre løysingar gjennom nye prosessar faktisk ikkje var til stades, og difor gjekk vi vidare og fremja forslaget for Stortinget. Når no Stortinget sluttar seg til det med eit så breitt fleirtal som ein gjer, legg det grunnlaget for framleis økologisk berekraft i reindriftsnæringa, framleis grunnlag for optimisme, framleis moglegheit til å ta ut marknadspotensial på reinkjøtet, framleis moglegheit for ei reindriftsnæring, og eg kjem til å levere ei melding om nye moglegheiter på eit seinare tidspunkt. Det er avgjerande og vil vere utfallet av Stortingets vedtak her i dag. Difor er eg glad for at SV opptrer åleine, på utsida av dette, og at dei andre partia viser at dei tek den økologiske berekrafta i reindriftsnæringa på alvor.

dårlig sak å bruke som eksempel på dette. Det er altså sånn at for de av oss som ivrer for at vi skal forsterke den samiske reindriften, ser vi at det er et stort potensial, både med henblikk på hvor mye kjøtt man får ut, og med henblikk på foredling og det å få ut maten til folk, rett og slett. Men jeg har lyst til å understreke at jeg er enig med representanten Knag Fylkesnes når han sier at representanten Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne holdt et glitrende innlegg, og at det kunne han holdt selv. Problemet for SV må jo være at de har en helt forskjellig konklusjon enn Miljøpartiet De Grønne på hvordan man griper dette an. Jeg syns den er underlig den argumentasjonen som nå kommer, knyttet til at den forholdsmessige nedslaktingen har innebåret stor urettferdighet for noen, for man griper ikke muligheten nå til å få virkemidler som faktisk kan reparere urettferdige utslag. Det syns jeg er underlig. Jeg syns det også er underlig at partier som tradisjonelt argumenterer veldig sterkt for både bærekraft og økologi, faktisk ikke mener at anledningen for å gjøre det er nå. Og endelig syns jeg det er underlig når man står i en situasjon med sterke følelser. Det har kommet innspill fra det samiske folket sjøl og fra reindrifta om at i denne ganske tøffe prosessen som har vært over mange år, med høylytt diskusjon, er det noen som har gjort som staten har bedt om, og som ved framtidig posisjonering og justering hen at man nå har en mulighet til å gripe inn også i sånne situasjoner. Derfor syns jeg det er særlig viktig ut fra et rettferdighetshensyn, som står sentralt i hvert fall i mitt parti, og også når det gjelder næringsvirksomhet, at man bør sikre at denne type næringsreguleringer faktisk også slår ut rettferdig. Derfor mener vi at tiden er inne for dette nå. Torgeir Knag Fylkesnes har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, Fylkesnes har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Eg synest det var eit litt forteikna innlegg som kom frå representanten Storberget, som representerer eit parti som støtt og stadig ikkje stemmer for SVs forslag i miljøpolitikken. Dette er ei sak vi rett og slett landar annleis enn dei andre partia på Stortinget, fordi vi ser at her er det mange omsyn ein må ta i betraktning. Og det er den respekten respekten for Noregs urfolk vi etterlyser, og som vi ser manglar i denne saka. Det er utgangspunktet vårt. Allereie da dette starta, da den økologiske katastrofen dukka opp, var vi i SV på banen med at noko måtte gjerast. Men ein må ta omsyn til at dette er ikkje kva næring som helst, her må ein gå nennsamt fram. Og så kjem den ulukksalige avgjerda om med det utgangspunktet at det skal gjerast flatt, og ein tar ikkje utgangspunkt i f.eks. historiske forhold. Det er det vi reagerer på, og det er det eg meiner representanten Storberget ikkje held seg til i dag. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Utviklingsplanen 2014–2016 for Sykehuset Telemark helseføretak og vedtaket til styret i Sykehuset Telemark om å avvikla akutt- og døgnfunksjonar ved Rjukan og Kragerø sjukehus vart stadfesta i føretaksmøtet i Helse Sør-Øst den 5. juni 2014.

Utviklingsplanen la til grunn ei omlegging av behandlingstilbodet i Sykehuset Telemark, der ein skulle konsentrera ressursbruken til «to døgnsykehus med akuttfunksjon, døgnbehandling og kirurgi». Vidare: «Dette vil gi styrket bærekraft og grunnlag for å innfri stadig økende krav til behandlingskvalitet, pasientsikkerhet, kompetanse i første møte med pasienten og en robust beredskap. Konsentrasjon i færre enheter vil rekrutteringskraft og redusere behovet for vikarinnleie.» Den anbefalte framtidige funksjonsfordelinga av dei somatiske behandlingstilboda var i planen skissert slik: Notodden skal vera lokalsjukehus «med indremedisinsk og kirurgisk akuttfunksjon for Notodden, Sauherad, Hjartdal, Bø, Kviteseid, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje». I planen står det at sjukehuset skal få auka sengekapasiteten til 48 senger. På Rjukan skal det vera lokalsjukehus «med et bredt poliklinisk dagtilbud både for kirurgi, ortopedi og medisinske behandlingsområder inklusiv radiologi og lab. Dialyse og kreftbehandling. Samarbeid med privat avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører». Kragerø skal vera lokalsjukehus «med et bredt poliklinisk dagtilbud både for kirurgi, gynekologi og medisinske behandlingsområder inklusiv radiologi og lab. Dialyse og kreftbehandling. Samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører». Skien skal vera ««Sentralsykehus» med allsidig akutt og traumefunksjon for hele Telemark. Lokalsykehus for Skien, Porsgrunn, Kragerø, Drangedal, Siljan, Bamble og Nome. Bredt spekter av kirurgiske og medisinske behandlingstilbud. Styrking av legekompetanse i akuttmottak og akuttleger med spesialkompetanse i akuttmedisin». Om Skien står det vidare: «Bygging av nytt sengebygg knyttet sammen med gangbro vest for nåværende bygningsmasse. Planlegges og bygges i perioden 2015–2017. Det påregnes to års byggetid i tillegg til planlegging og søknadsprosesser.» Og: «Ombygging av Nordfløyen i Skien vil gjennomføres for å dekke behovet for poliklinikker og øvrig dagbehandling for pasientbehandlingen som I utviklingsplanen står det vidare at for Kragerø og Rjukan er det ein ambisjon «å desentralisere så mange behandlingstilbud som mulig. Det er derfor planlagt» – ifølgje utviklingsplanen – «videreført et bredt sykehustilbud på dagtid; dialyse, cellegiftbehandling og spesialistpoliklinikker, røntgen og Det vil løpende vurderes ut fra pasientbehov og tekniske muligheter om ytterligere desentraliserte tilbud kan opprettes.» For Rjukan sin del er det presisert i utviklingsplanen for polikliniske tenester at når det gjeld Ortopedi og skade poliklinikk, må omfang og tilbud utredes nærmere i samarbeid med kommunens Lunge poliklinikk skal halda fram som i dag, det same skal Hjerte poliklinikk og Diabetes poliklinikk. Gastro poliklinikk skal planleggjast og driftast i samarbeid med Notodden/Skien. Utviklingsplanen slår òg fast at det skal vera øyre-, nese- og halspoliklinikk og øye poliklinikk, og det skal vurderast å reetablera ein gynekologisk/føde poliklinikk. Medisinske støttetenester skal vidareførast etter behov. Utviklingsplanen la altså opp til at det skulle vera lokalsjukehus på Rjukan og i Kragerø – eg vil nemna at ordbruken er henta frå utviklingsplanen – utan akutt- og døgntilbod, men med dagbehandling og eit stort poliklinisk tilbod. Denne interpellasjonen er ikkje ein omkamp om vedtaket om å avvikla døgn- og akuttilbodet på Rjukan og i Kragerø. Denne interpellasjonen er nødvendig fordi vi er bekymra for om utviklingsplanen vert følgd, og vi skal læra av dei feila som er gjorde i omleggingsprosessen. I utviklingsplanen var det lagt stor vekt på at det skulle vera ryddige og varetakande prosessar i samband med den omstillinga som skulle skje. I stortingsdebatten den 17. juni 2014 uttalte helseministeren sjølv: «Jeg håper også at denne beslutningen blir starten på et fornyet og forsterket samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune.»

eit bekymringsbrev til helseføretaket om at avviklinga av sjukehusdrifta gjekk ut over beredskapen, og at det var manglande informasjon om viktige endringar i funksjonar ved sjukehuset. Til slutt kom fylkeslegen på banen og oppretta tilsynssak. Han konstaterte avvik frå lov eller forskrift. Helseføretaket hadde ikkje gjennomført «adekvate risiko- og sårbarhetsvurderinger før omstillingen ved sykehusdriften i Rjukan som følge av Utviklingsplanen for

har på den bakgrunnen opna tilsynssak, og ved tilsynet vart det gjort funn som gav grunnlag for å konstatera tre avvik: «1. Sykehuset Telemark HF har i lengre tid hatt, og har fortsatt, et periodevis uforsvarlig høyt pasientbelegg i forhold til bemanningen ved flere sengeposter i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i Skien. Foretaket sikrer ikke Foretaket sikrer ikke forsvarlig bemanning ved sengeposter i disse klinikkene i perioder med overbelegg og/eller stor arbeidsbelastning. Gastromedisinsk og gastrokirurgisk sengepost er særlig belastet. Herunder påpekes særskilt at helseforetaket ikke har ordninger som sikrer at leger, sykepleiere og annet helsepersonell ved somatiske avdelinger får forsvarlig/nødvendig bistand ved stort arbeidspress på ettermiddags-, kvelds-, natte- og helgevakter. Telemark HF sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasienter som av kapasitetsgrunner legges på andre sengeposter enn der de skulle være ut fra sykdomsbildet . 3. Sykehuset Telemark HF har ikke pålitelige styringsverktøy for å registrere og overvåke pasientbelegg.» Tilsynsrapporten er førebels og vil vel snart liggja føre i endeleg versjon. Men tilsynsrapporten og dei andre bekymringsmeldingane som er komne frå kommunar og frå tillitsvalde, og forholda som det no er meldt bekymring om, både i Skien og på Notodden, gir grunn til å stilla spørsmål ved om utviklingsplanen og premissen om at ein gjorde desse endringane for å sikra kvaliteten i pasienttilbodet, om viljen til å desentralisera spesialisthelsetenestetilbodet til Rjukan og Kragerø vert følgd opp, og om vedtaket om at ein løpande skal vurdera om fleire tenester kan desentraliserast til Rjukan og Kragerø. Det er grunn til å stilla kritiske spørsmål ved om tilbodet på Notodden og i Skien er forsvarleg, og om det er gjort nok for å sikra kapasiteten i tilbodet. Er sengebygget i Skien i rute? Er det kome nok senger på Notodden? Korleis kan ein forsvara den beleggsprosenten som er? Tar ein inn over seg at det er kome bekymringsmeldingar frå tillitsvalde, og at fylkeslegen har kome med sin rapport, som attpåtil koplar kapasitetsproblem og belegg til dødsfall som kapasitetsproblem og belegg til dødsfall som har vore? Vart det prehospitale tilbodet utbygt før omlegginga, som var ein premiss da ein vedtok utviklingsplanen? Korleis vil samarbeidet mellom kommunar og føretak sikrast i framtida? Det har vorte ein debatt i det siste om spesialisthelsetenestetilbodet på Rjukan og Kragerø skal definerast som sjukehus eller ikkje. Det er interessant opp mot om salet av desse sjukehusa på den opne marknaden var lovleg eller ikkje. Eg merkar meg at ordbruken i planen er ein annan enn det som statsråden no seier, men er ein på Rjukan, ser ein i alle fall at sjukehusskiltet står nede i bakken, og sjukehusskiltet heng framleis over døra.

Samtidig ble den økonomiske situasjonen holdt under kontroll i 2015. Hittil i 2016 har den økonomiske situasjonen vært noe mer utfordrende, og ventetiden innenfor plastikk-kirurgi, hvor Sykehuset Telemark har et utvidet ansvar i Helse Sør-Øst, er fortsatt høy. Sykehuset Telemark opplyser at de har fulgt opp Utviklingsplan 2014–2016. De opplyser at det på tidligere Rjukan sykehus i dag er et poliklinikktilbud er et poliklinikktilbud og dagbehandlingstilbud for de pasientgruppene som er angitt i utviklingsplanen til Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark opplyser at de medisinske poliklinikkene og de kirurgiske poliklinikkene, inkludert ortopedisk og øre-nese-hals med audiografi, leverer tjenester i tråd med planen. Det er etablert et dialysetilbud som, etter Sykehuset Telemarks vurdering, fungerer godt. Sykehuset Telemark opplyser samtidig at det har vært utført færre cellegiftbehandlinger enn planlagt. Ifølge sykehuset skyldes det at kreftkurene er blitt mer kompliserte enn kompetansen lokalt har kunnet håndtere. Gynekologitjenester har ikke kommet på plass på grunn av rekrutteringsproblemer. Når det gjelder indremedisin, ivaretas denne tjenesten for tiden av ansatte fra Notodden på grunn av sykdom. Sykehuset Telemark oppgir at aktiviteten samlet sett er som forventet ut fra innbyggerantallet som aktiviteten på Rjukan skal dekke. Akutt- og døgntilbud til befolkningen gis hovedsakelig ved Notodden sykehus og i Skien ved behov. Ambulansekapasiteten er blitt utvidet i tråd med utviklingsplanen. I Tinn er kapasiteten utvidet fra én til to døgnambulanser. Det samme gjelder Vinje, som også har fått to døgnambulanser. Sykehuset Telemark mener at omleggingene som har funnet sted som Det må allikevel ikke være noen tvil om at Sykehuset Telemark tar tilsynssaken svært alvorlig og vil bruke rapporten til både læring og forbedring. Sykehuset erkjenner at de har hatt utfordringer med overbelegg ved enkelte poster, spesielt der hovedvekten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp-pasienter. Parallelt med tilsynet fra Fylkesmannen i Telemark gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved gastrokirurgiske seksjoner. De vurderer å gi sykehuset to pålegg, pålegg, ifølge en foreløpig rapport. Påleggene omhandler bemanning, arbeidsbelastning, opplæring og oppfølging samt risikovurdering og tiltak knyttet til satellittpasienter. Sykehuset har økt antall senger og bemanning ved de mest belastede sengepostene i løpet av det siste året. Iverksatte og planlagte tiltak ved sykehuset forventes å lukke Fylkesmannens og Arbeidstilsynets Som det også framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan, vil spesialisthelsetjenesten bli utsatt for et stort press framover. Det er derfor viktig å se på hvordan man kan bedre kapasitetsutnyttelsen i sykehusene, og hvordan man kan bedre samarbeidet med kommunene. Når det gjelder ytterligere desentralisering av tilbud til Rjukan, opplyser Sykehuset Telemark at de våren 2016 har etablert poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering på Rjukan. De opplyser at etablering av andre polikliniske tilbud vil bli vurdert fortløpende, i tråd med befolkningens behov. Sykehuset Telemark holder nå på å oppdatere utviklingsplanen fram mot 2030. Det er viktig å presisere at den gamle utviklingsplanen ikke inneholder noen fasit for hvilket spesialisthelsetjenestetilbud det er hensiktsmessig å gi på Rjukan for all framtid. Jeg har imidlertid merket meg at administrasjonen i Sykehuset Telemark legger til grunn at det skal videreføres et dag- og poliklinikktilbud på Rjukan i hele planperioden.

til beste for befolkningen. Jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark gjennomfører omstillingene i helseforetaket på en slik måte at befolkningen i hele Telemark fortsatt får et godt og forsvarlig tilbud, og på en måte som ikke utsetter ansatte for urimelige belastninger. Først vil eg etterlysa ein kommentar frå statsråden på noko eg tok opp i innlegget mitt, som

òg eit spørsmål om gynekologitilbodet, for eg registrerer at statsråden seier at han har rekrutteringsvanskar. Eg har vorte gjord kjent med at det er ein gynekolog som ønskjer å etablera seg på Rjukan, men at det er inga interesse for det frå føretakets side. Det er iallfall dei opplysingane eg har fått, og det synest eg er alvorleg. Statsråden skildrar ei utvikling som skal vera veldig god. Men da er det eit paradoks at ein har rapport frå både fylkeslegen og Arbeidstilsynet, at legane har sendt bekymringsmelding, at sjukepleiarane har sendt bekymringsmelding, og at sjølve omleggingsprosessen òg har fått eit tilsyn på seg, som viste at sjølve omlegginga heller ikkje var gjord på ein god nok på ein god nok måte. Beleggsprosenten ved Skien og Notodden er sterkt bekymringsfull. Det vart sagt i debatten, iallfall frå Sykehuset Telemark si side, at dette var kjent òg før ein vedtok utviklingsplanen. Men når eg les og ein grunn for vedtaket var at det var for stor kapasitet, ein måtte nedskalera tilbodet, ein brukte for mykje pengar. Eg vil ha ein kommentar til dette frå statsråden: Visste regjeringa at sjukehusa hadde problem med høg beleggsprosent da ein

Sykehuset Telemark har hatt store utfordringer over lang tid. En av årsakene til det er nettopp at Sykehuset Telemark har hatt en veldig kostnadskrevende struktur å forholde seg til, samtidig som de også har hatt behov for å bruke mye av sine menneskelige ressurser på det. Nå er Sykehuset Telemark, som jeg også opplyste i mitt svar, inne i en annen utvikling. Det er nettopp det som også er nødvendig for å få til et framtidsrettet sykehustilbud til alle innbyggerne i Telemark. Det er mye av det som også var grunnlaget for utviklingsplanen. Jeg har også redegjort for de tilbudene som er etablert på Rjukan som oppfølging av planen. Så må jeg be om forståelse for at jeg be om forståelse for at jeg som helse- og omsorgsminister ikke går inn og vurderer om den enkelte gynekolog som eventuelt har meldt sin interesse på et sykehus, er ivaretatt eller ikke. Det er et styre ved Sykehuset Telemark som har ansvaret for driften ved sykehuset og for å følge opp utviklingsplanen. Så er det et styre i Helse Sør-Øst som har et helhetlig ansvar for hele regionen, som også følger opp dette. Jeg oppfatter at i all hovedsak ser vi at utviklingsplanen er fulgt opp av Sykehuset Telemark. På de områdene de ikke har gjort det, har jeg redegjort for de utfordringene som de står overfor. Når det gjelder utviklingen i spesialisthelsetjenesten, er det utviklingen i spesialisthelsetjenesten, er det i Nasjonal helse- og sykehusplan godt redegjort for de utfordringene som en står overfor. Det betyr at det er ingen sykehus, verken store eller små, der innholdet i sykehusene er hogd i stein. Hadde en hatt den tilnærmingen til sykehus, ville det hatt én konsekvens – at tilbudet til pasientene over tid hadde være utvikling i innholdet i sykehusene hvis pasientene skal få et bedre tilbud. Medisinen utvikler seg, og det fører også til at tilbud må organiseres annerledes. Ett eksempel på det er det jeg trakk fram om cellegiftbehandling. Når det blir mer komplisert, må det nødvendigvis også foregå på færre steder.

For å få til et kvalitativt bedre sykehustilbud for befolkningen i Telemark ble det underveis nødvendig å avvikle viktige funksjoner ved lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Jeg har lyttet med interesse til statsrådens redegjørelse, men finner likevel grunn til å stille følgende enkle spørsmål: Er det slik at nødvendige strukturelle grep nå er tatt, slik at vi kan nå de kvalitative målene slik det er forespeilet oss i utviklingsplanen? Eller er det slik at det vil bli nødvendig med ytterligere sentraliseringsgrep, f.eks. ved å avvikle viktige funksjoner også

det er gjort strukturelle grep som gjør at mange er opptatt av hva som skjer. Men jeg har likevel lyst til å si at tilsynsrapporten som man har fått på Sykehuset Telemark, er en foreløpig tilsynsrapport. Det er viktig å ha med seg. Når det gjelder en del av de tingene som ligger der, må man se hva som kommer i den endelige rapporten. Det er ikke tvil om at det er viktig at man har tilsynsorganer som sørger for å ivareta pasientene, og finner ut hvis det skjer noe som ikke er bra, og gjør noe med det. Jeg har lyst til å si at sykehuset har tatt dette på største alvor og tatt mange grep for å ta tak i det som har kommet fram forbindelse med tilsynsrapporten. Men jeg har likevel lyst til å peke på at dette er ikke en tilsynsrapport som har kommet Men jeg har likevel lyst til å peke på at dette er ikke en tilsynsrapport som har kommet på bakgrunn av det som har skjedd med de strukturelle endringene og nedleggingen av Kragerø og Rjukan. Dette er en sak som har pågått over lang tid. Det har vært utfordringer på enkelte sengeposter, men det er andre sengeposter som ikke nødvendigvis har helt de samme utfordringene. Det er også viktig å ha med, at man er veldig klar over det, og at man gjør noe på Sykehuset Telemark med å rette opp i på Sykehuset Telemark med å rette opp i dette. Så er det litt spesielt – jeg synes for så vidt det er greit det statsråden sier – når enkeltrepresentanter går på talerstolen her og sier at noen har sagt at de kan være interessert i en stilling på et sykehus. Jeg tror det er vanskelig for statsråden å bekrefte eller avkrefte eller forholde seg til det. Han må jo forholde seg til det som kommer fra de forskjellige sykehusene. Men det er viktig, og jeg har lyst til å understreke at det er viktig, at ledelsen ved Sykehuset Telemark, som har ansvar for å sikre at alle innbyggerne i Telemark har et godt og et kvalitativt bra tilbud, følger opp den utviklingsplanen som ligger der. Jeg vet også at det er viktig å følge opp Notodden sykehus som nå er der, følger opp. Det er en del av Nasjonal helse- og sykehusplan at sykehuset på Notodden skal ha god aktivitet og ha de aktivitetene de nå har, og som er en del av sykehusplanen. Jeg synes det er bra at man får diskusjoner om dette, men jeg synes kanskje representanten Toppe velger å være litt tidlig ute når hun tar en del av den diskusjonen som har gått, spesielt rundt tilsynssaken. Men jeg vet også at statsråden følger nøye med og er opptatt av

men jeg mener også, som sagt, at man har fått gode svar. Og så må man fortsette å følge nøye med på – det gjør i hvert fall jeg som representant fra fylket – at utviklingsplanene blir fulgt opp og at man ivaretar pasientene på en god måte. Hvis ikke må jeg, som andre politikere, følge nøye med og si fra hvis vi opplever at pasientene ikke lenger får det tilbudet man har krav på, og som man får i andre deler av landet.

til å desentralisera ytterlegare tilbod dersom ein kan få det til. Mitt eksempel med gynekologi gjeld at eg får andre tilbakemeldingar, og det er òg ein del av bekymringa eg har for heile prosessen og for om det er ei reell vilje til å følgja opp måla om desentraliserte tenester i utviklingsplanen. Eg registrerer at representanten Hoksrud meiner at eg er for tidleg ute og skulla ha venta til tilsynsrapporten var ferdig. Dette er ikkje ein interpellasjon som berre omhandlar tilsynsrapporten. Det er to år sidan ein gjorde eit vedtak. Det har skjedd mykje i omleggingsprosessen, og det har skjedd mykje no som gir grunn til bekymring, og som burde få Stortinget til å vera meir sjå om det kanskje er noko her som vi burde ha tatt ansvar for. Eg er viss på at sjukehuset gjer det som dei kan no, men det er trass alt eit vedtak i eit føretaksmøte som ligg til grunn for dei omleggingane som no skjer. Eg meiner at statsråden ikkje svarar på mine spørsmål. Eg har spurt konkret: Kva skjer i

er uforståeleg at ein kan stå og seia at det høge belegget ikkje hadde noko med denne omleggingsprosessen å gjera, for da seier ein jo at ein har halde tilbake informasjon om at det var eit stort kapasitetsproblem ved dei største sjukehusa i helseføretaket. At ein har halde tilbake den informasjonen i utviklingsplanen, synest eg er alvorleg. Til slutt: Eg har heller ikkje fått tilbakemelding frå statsråden på om han synest sjølve omleggingsprosessen var god, eller om han, som meg, meiner at dette er ein omleggingsprosess vi ikkje skal vera stolte av, og som vi bør hindra i andre tilfelle. Denne interpellasjonen omhandler om utviklingen av tilbudet på Rjukan er i tråd med utviklingsplanen, og

ytterligere desentralisering, som det også lå føringer for i utviklingsplanen. Jeg oppfatter at Sykehuset Telemark jobber med å følge opp utviklingsplanen, men de jobber også med å se på muligheten for utvikling av Sykehuset Telemark framover. Til spørsmålet knyttet til Notodden sykehus: I det arbeidet som nå gjøres med utviklingsplanen 2030, er det ingen diskusjon om at det skal være sykehus på Notodden. Det er en del av den planen som også foreligger for en diskusjon om utviklingsplanen fram mot 2030. I tillegg oppfatter jeg at Sykehuset Telemark også opplever mye positivt knyttet til at de skal etablere stråleenheten for den delen av landet, noe som har vært en viktig sak og stråleenheten for den delen av landet, noe som har vært en viktig sak og en positiv nyhet for fylket og for sykehuset. Jeg sier ikke at all endring som har skjedd i denne saken, har foregått perfekt. Det er store utfordringer, og det er sikkert ting som kunne vært gjort annerledes. Det er alltid noe å lære. Det er utfordringer ved dette sykehuset som ved andre sykehus. Men liksom å si at alt som er negativt, skyldes dette ene forholdet, er det ikke dokumentasjon for. Grunnlaget for min tilslutning til at en la ned akuttsykehustilbudet på Rjukan og i Kragerø, var nettopp å bidra til at en i Sykehuset Telemark skal få en utvikling som er til det beste for kvaliteten og for pasientene i hele Telemark, og at alternativet, samlet sett over tid, hadde gitt et dårligere tilbud til innbyggerne i Telemark. Så er det viktig at sykehuset jobber godt med oppfølgingen av utviklingsplanen og med desentralisering av de tilbudene som kan desentraliseres. Det er også i tråd med

Bak rapporten står de mest sentrale private og offentlige aktører i verdikjeden. I 2014 sto helseindustrien for en omsetning på 48 mrd. kr, og det er forventet en vekst på 11 pst. i 2015. Helsenæringen er den klart mest forskningsintensive næringen i Norge. Det ble investert 9 mrd. kr i FoU i 2013, mer enn maritim, mat og marine næringer til sammen. Universitetssykehusene står for den største andelen, og næringslivet kun for 1,5 mrd. kr, ifølge tall fra Forskningsbarometeret. Rapporten har gjort beregninger basert på SkatteFUNN-refusjon og tildeling av Forskningsråds-prosjekter og kommet fram til at private står for 2,5 mrd. kr. Det er mer enn den totale FoU-innsatsen i alle norske næringer med unntak av petroleum. Rapporten beskriver også gründerbedriftenes kapitalbehov og helsenæringens flaskehalser. Helseindustrien er også nøkkelen til å redusere behovet for helsetjenester gjennom forebygging og utvikling av velferdstjenester som kan overføre behandling fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv. I tillegg vil nye legemidler, bedre diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi gi bedre og mer effektiv behandling. Samfunnsgevinstene er også store, med redusert dødelighet, mindre sykefravær og økt livskvalitet for mange. Norge har konkurransefortrinn som bør utnyttes bedre. I tillegg til sterke forskningsmiljø har vi unike helseregisterdata, biobanker, fødselsnummer som gjør oss i stand til å følge utviklingstrekk, stor villighet i befolkningen til å delta i utprøving og forsøk og ikke minst et sterkt offentlig helsevesen som gjør det mulig å dele på kunnskap på en effektiv måte. Men det vi mangler, er sterke industrilokomotiver slik vi har innen andre bransjer der vi har lyktes – Statoil, Hydro, Telenor, Kongsberg Gruppen, Marine Harvest og Lerøy Seafood. Mens våre naboland historisk sett har hatt en relativt stor og velfungerende farmasøytisk industri, har denne type industri vært nesten fraværende i Norge fram til nå. Vi har Oslo Cancer Cluster som har potensial til å bli et slikt lokomotiv i Norge. I mars ble de partner i et prestisjetungt EU-prosjekt, men de trenger rammebetingelser for å utvikle seg videre. Trond Giske som næringsminister tok initiativ til å etablere et nytt nivå i klyngeprogrammet GCE, Global Centres for Expertise. Det er et tiårsprogram innrettet for våre verdensledende næringsklynger med potensial til vekst og internasjonale markeder. Nåværende regjering støtter dette og tildelte tre miljøer slik status i fjor. Oslo Cancer Cluster var ikke et av dem, men det er akkurat slike rammebetingelser de trenger. Vi håper derfor at regjeringen utlyser en ny runde. Det vil gi kraft til omstilling og utvikling til ny industri. Næringsministeren svarte i går at midler til nye GCE lå inne i revidert, men det vi har funnet, iallfall så langt, er nye prosjektmidler for risikoavlastning til Bedriftsnettverksordningen rettet inn mot små og mellomstore bedrifter som ønsker å etablere strategisk og kommersielt samarbeid med andre bedrifter. Kortvarig prosjektstøtte er det god tilgang på – utfordringen er langsiktige rammevilkår som kompenserer der markedskreftene ikke strekker til, og som kan snu utviklingen i ønsket retning. En annen utfordring er å kapitalisere mer på forskning, for det er først når forskning blir tatt i bruk, at vi skaper helsegevinster, arbeidsplasser og verdiskaping. Vi trenger en kultur i helse for innovasjon og status til det å dra forskning over til industri- og næringsutvikling. Helsesektoren må få et tydelig innovasjonsmandat. Det gjelder både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. HelseOmsorg21 er en god start, men må følges opp med tydelige grep og målrettede tiltak. eksempel er ikke én eneste bevilget forskningskrone fra Helse- og omsorgsdepartementet innrettet på en måte som skal attrahere næringslivet og utløse privat forskningsinvestering. Vi registrerer også at de regionale helseforetakene ikke har midler til å matche større innovasjonsprosjekter som f.eks. godkjente OFU-prosjekter som kan startes gjennom Innovasjon Norge. Utprøvingsenheter med studiesykepleiere og patologifasiliteter mangler kapasitet og midler. Det finnes ikke innovasjonsmidler til disse. Norge mister dermed mange studier på grunn av nettopp manglende rammebetingelser. Kreftforeningen finansierer omtrent 25 pst. av all kreftforskning i Norge. De private gavene har utvilsomt bidratt til at Norge er i stand til å yte et forskningsmessig langt større bidrag til internasjonal kreftforskning enn det man i utgangspunktet ville anta ut fra Norges ranking på andre forskingsfelt. Utviklingen av nye legemidler er kostbart, og risikoen for tap er svært høy. Det anslås at bare ett av 10 000 nye potensielle legemidler som framstilles i laboratoriet, noen gang når fram til pasienten. I snitt tar utviklingen av et nytt legemiddel 12 til 13 år. En nødvendig forutsetning for at resultatene fra forskningen skal kunne omsettes i nye legemidler og behandlinger, er at noen er villig til å ta risikoen med å utvikle nye legemidler og terapier basert på forskningsresultatene. Men vi har suksesser i Norge: Algeta, som ble solgt til Bayer for 20 mrd. kr, og Nycomed, som tidligere har blitt solgt. Begge fortsetter med aktivitet i Norge og er blant våre største aktører innenfor feltet. Det er to gode eksempler som viser hvilket enormt potensial som ligger i norsk medisinsk grunnforskning. Det er behov for bedre tilrettelegging for kliniske studier og demonstrasjonsplattformer for næringsvekst og for å få økte forskningsinvesteringer fra industrien. Det vil trekke flere kliniske studier til Norge og bidra til at norske pasienter får tilgang til den nyeste og mest innovative behandlingen. Representanten Sveinung Stensland offentliggjorde i går at regjeringen vil komme med et program på 130 mill. kr til kliniske studier. Det er bra. Norge har allerede flere biomedisinske forskningsmiljøer av høy internasjonal klasse. science-satsingen til Universitetet i Oslo utgjør sammen med Oslo universitetssykehus en av Nordens og Europas største kompetansebaser for «life science». I tillegg har vi sterke biomedisinske miljøer i Bergen, Trondheim og Tromsø. Denne kompetansebasen må benyttes strategisk for å tiltrekke private investeringer og næringsliv samt human kapital fra utlandet. Men det er en merkverdig lav profil når det gjelder å markedsføre attraktiviteten vi har innenfor klinisk forskning. Danske myndigheter legger f.eks. stor vekt på det, selv om de allerede har sterk industri fra før. Aktiv profilering er nødvendig for å nå fram i den globale konkurransen om forskningsinvesteringene. Det er behov for at ulike fagdepartement drar Forskningspolitikken må innrettes på å premiere kapitalisering av forskning, samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet og spesielt inn mot industrimiljø som kan utvikle produktene videre. Helse må få et klart innovasjonsmandat. Næringspolitikken som skal føre til omstilling og nytt kunnskapsbasert næringsliv, må ved hjelp av oppdaterte virkemidler og bevisst kapitalstyring sørge for at vi får et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem som skaper verdier for samfunnet som helhet, enkeltindivider og et blomstrende næringsliv. Når det gjelder kapital, har staten et virkemiddel i Argentum som kunne bidratt til å få på plass et norsk farma-venturefond, men de har vist liten interesse. Investinor er lunken på farma og medtech og har har lite kompetanse på dette feltet. Så hva med å etablere et statlig helseventurefond på størrelse med Investinor, som hadde mandat til å investere i helserelatert næring. Det ville gjøre det lettere å trekke også nordisk og europeisk kapital til norske framtidige «Algetaer». Mulighetsrommet for å få økt verdiskaping på helseområdet i Norge har aldri vært større. Alle aktører i denne verdikjeden må være seg sitt ansvar bevisst og gå sammen om konkrete handlinger som vil gi økt kunnskap, bedre folkehelse og nasjonaløkonomisk utvikling. Helse og omsorg er et næringspolitisk satsingsområde for regjeringen, slik det også går fram av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det har

Før pinse kom en interessant rapport om verdiskaping i helsenæringen. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på vegne av en gruppe næringslivsaktører. Jeg vil berømme aktørene for initiativet – dette er første gang vi ser en rapport som beskriver helsenæringen i tall. Tallene som presenteres i rapporten, viser en næring med økt omsetning og betydelig eksport og forsknings- og utviklingsinnsats. Vi har etter hvert flere eksempler på selskaper som har gjort store framskritt. Photocure, Algeta, Nordic Nanovector og Ultimovacs er noen eksempler. Utviklingen som disse selskapene står for, bidrar til velferd og helse samtidig som de skaper verdier og lønnsomme arbeidsplasser – altså dobbel gevinst. Regjeringen har høye ambisjoner om å utnytte potensialet for næringsutvikling enda bedre. I forbindelse med regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg2l-strategien ble status og behov for virkemidler i hele verdikjeden – fra grunnforskning til innovasjon og næringsutvikling – giennomgått av departementene. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Min tilnærming til spørsmålene i interpellasjonen innebærer for det første å legge til rette for næringsutvikling i sektoren og for det andre å legge til rette for økt klinisk forskning i Norge. La meg starte med næringsutvikling. Regjeringen vil styrke et bredt og mangfoldig næringsliv og satser på innovasjonspolitiske tiltak med høy effekt. Vi ser det som det offentliges rolle å legge til rette for forskning og innovasjon som kan gi grunnlag for nye og bedre helsetjenester og for næringsutvikling og nye, lønnsomme arbeidsplasser.

om midlene i de ulike ordningene. Brukerstyrt innovasjonsarena, BIA, er Norges forskningsråds største program for næringslivet. Dette programmet skal bidra til størst mulig verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter. BIA støtter forskningsprosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer, uavhengig av område eller tema. Helse er nå den sektoren som har størst gjennomslag i når biomedisin, medisinsk teknologi og velferdsteknologi slås sammen. I 2015 var 25 pst. av innovasjonsprosjektene finansiert av BIA, og om lag 23 pst. av bevilgningen var innen helse og omsorg. Det forteller oss at det finnes sterke og konkurransedyktige miljøer i sektoren. Regjeringen styrket BIA-ordningen med 90 mill. kr i 2014, 63 mill. kr i 2015 120 mill. kr i 2016, hvorav 50 mill. kr av disse var en del av omstillingspakken. Også andre virkemidler i Forskningsrådet og Innovasjon Norge er styrket, bl.a. SkatteFUNN og etablerertilskuddsordningen. En næring trenger et marked, både hjemme og ute. Om lag 85 pst. av helse- og omsorgsmarkedet i Norge er helse- og omsorgssektoren – den offentlige delen – til en stor innkjøper. Gjennom innovative anskaffelser kan sykehus og kommuner fremme næringsutvikling. Å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser vil si å finne bedre løsninger på virksomhetenes oppgaver ved å ta i bruk kjente varer og tjenester på nye områder eller ved å utvikle nye produkter i samarbeid med industrien. Regjeringen har utarbeidet et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Hensikten er å tilby bedre tjenester til innbyggerne, mer næringsutvikling og mer og bedre innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Innovasjon i offentlige anskaffelser er inkludert i den langsiktige satsingen på innovasjon i helse- og omsorgssektoren – fra 2007 til 2017 – mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. De senere årene har Helse- og omsorgsdepartementet gitt helseregionene flere oppdrag om innovative anskaffelser. Det skjedde senest i 2015 da helseregionene fikk i oppdrag å gjennomføre såkalte førkommersielle prosjekter. Dette er en metode som oppmuntrer til utvikling av produkter og tjenester i samarbeid med industrien som vil dekke oppdragsgivers behov på bedre måter enn dagens løsninger. Som svar på oppdraget har Helse Sør-Øst engasjert seg som partner i Regionen deltar i Team innovative offentlige anskaffelser – i regi av dette programmet. Det er også tatt initiativ overfor prosjektledelsen for nytt sykehus i Drammen og ledelsen for Tønsbergprosjektet. Det er satt i gang kartlegging av behov og dialog med potensielle leverandører. I tillegg har regionen arrangert et inspirasjonsseminar for innkjøpsavdelingen i Sykehuspartner. Helse Sør-Øst har også deltatt som partner i et nordisk prosjekt om innovative anskaffelser, finansiert av Nordic Innovation. I år etableres en nasjonal innkjøpsfunksjon for sykehusene som skal føre til bedre, rimeligere og mer effektive innkjøp ved sykehusene. Utvikling av innovative innkjøp i helseforetakene kan forsterkes gjennom etablering av denne innkjøpsfunksjonen. Med legemiddelmeldingen har vi også fått en nasjonal legemiddelpolitikk der tilrettelegging for forskning og innovasjon er et av målene. Legemiddelmeldingen inneholder flere tiltak for å øke antallet og omfanget av kliniske studier innen alle behandlingsmetoder. Økningen vil kunne gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling og danne grunnlag for næringsutvikling i Norge. Representanten spør om det vil være aktuelt å øremerke midler til kliniske studier i helseforetakene. I over ti år har departementet øremerket midler til klinisk forskning i helseforetakene gjennom et delvis resultatbasert tilskudd til forskning. Et sentralt tiltak i legemiddelmeldingen var å etablere et nytt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. Programmet skal bidra til forutsigbar finansiering av større nasjonale kliniske studier som svarer på behov identifisert av pasienten, tjenesten, beslutningstakere og forskeren selv. Programmet er etablert, og det planlegges nå å utlyse 130 mill. kr til høsten. Programmet vil åpne for industrisamarbeid, forutsatt at studien imøtekommer pasientens og tjenestens behov, og at studien er forankret i helseforetakene. Gjennom det resultatbaserte tilskuddet til forskning i helseforetakene belønnes ulike sider ved forskningen, som f.eks. kvalitet, samarbeid på tvers av regioner, tildelinger fra nasjonale og internasjonale konkurransearenaer som EU, publiseringer og avlagte doktorgrader. For å stimulere til flere kliniske studier vil det bli vurdert om disse faktorene skal suppleres med en faktor for antall pasienter som deltar i kliniske studier. Det vil i tilfelle gi en omfordeling av det resultatbaserte tilskuddet. Forutsetningen er at det finnes gode data om pågående kliniske studier og deltakende pasienter. En slik database for kliniske intervensjonsstudier er under etablering. Det skal skje i regi av de regionale helseforetakene og i samarbeid med forskningsinformasjonssystemet CRIStin og de regionale etiske komiteene for helsefaglig og medisinsk forskning. Vi har etablert en nasjonal infrastruktur for å tilrettelegge for raskere og mer profesjonell gjennomføring av kliniske studier – kalt NorCRIN. Rådgivningskontoret VIRIL i Statens legemiddelverk bidrar også til dette formålet. Dette er i tråd med tjenestens og industriens behov. Teknologioverføringskontorene, som er tilknyttet universitetssykehusene og universitetene, er sentrale aktører i å bygge bro mellom forskning og framtidens industri. Kontorene skal bl.a. administrere og følge opp kliniske studier og administrere forskningsfond. Regjeringen har lagt til rette for at utenlandske investorer som ønsker å etablere virksomhet i Norge, får veiledning og som ble etablert i 2013 under Innovasjon Norge. Det finnes flere sterke næringsklynger innen helse og omsorg, og det ligger godt til rette for å trekke til seg utenlandske forskningsmiljøer og investeringer, bl.a. innen kliniske studier. Rapporten om verdiskaping i helsenæringen stiller spørsmål om vi ser et taktskifte i helseindustrien. Mye i rapporten tyder på det, og regjeringen ønsker å bidra til et vi ser et taktskifte i helseindustrien. Mye i rapporten tyder på det, og regjeringen ønsker å bidra til et slikt taktskifte ved å legge til rette for forskning, kliniske studier og vekst i en næring som vil spille en viktig rolle i både å løse framtidens utfordringer innen helse og omsorg og ikke minst bidra til nye, lønnsomme arbeidsplasser i Norge – som bidrar til inntekter på statsbudsjettet, ikke som bidrar til utgifter på statsbudsjettet. Takk til statsråden for et veldig positivt svar. Det er helt rett at innkjøpsmakt kan brukes bedre – det er vi helt enige om – men det handler også om en kulturendring i

det er faktisk et pluss? Du bidrar faktisk til å videreutvikle helsetilbudet til å gi bedre tjenester til innbyggerne ved at du tar kunnskapen din videre og industrialiserer den. Det dreier seg om en kulturendring og et sterkere insitament knyttet opp mot forskningsmidlene opp mot det å premiere dem som satser den veien. veien. Jeg tok også opp Global Centres of Expertise. Kommer det nye utlysninger der, for det er akkurat de rammevilkårene som Oslo Cancer Cluster trenger? Deres periode under NCE-programmet løper ut. De andre klyngene fikk mulighet – tre av dem i alle fall – til å videreutvikle seg i ti år gjennom Global Centres of Så markedsføring og attraktivitet ved klinisk forskning: Hvordan kan vi lære av danskene, som har en mye sterkere farmaindustri? Når vi er i så rask utvikling og rask vekst, hvordan kan vi være med og løfte dette feltet slik at vi blir enda mer attraktiv? Helsenæringen er internasjonal, og vi trenger det samspillet både for å tiltrekke oss kapital og for å tiltrekke oss de gode hodene. Så Argentum og Investinor: Når vi har valgt og vet at andre næringer trenger risikokapital, men at begge disse to ikke er innrettet i dag til å fange opp nye industrier, hvordan kan vi snu det den veien? Det siste spørsmål gjelder antibiotikaresistens. Det er et område hvor vi så langt ikke har internasjonale, store industriaktører innenfor helse som ser at det er riktig å satse, og at det er penger å tjene på det. Hvordan kan vi i Norge, som tross alt har tilgang på så mye kapital, klare å tiltrekke oss hoder for å satse på å utvikle nye antibiotikamedisiner? tilgang på så mye kapital, klare å tiltrekke oss hoder for å satse på å utvikle nye antibiotikamedisiner? Jeg er helt enig med representanten i at det er behov for en kulturendring i den offentlige helsetjenesten når det gjelder viljen og evnen til å samarbeide med private. Det er en kulturendring som denne regjeringen har iverksatt på mange områder, ikke minst på det som er det største området der det nå er en helt annen politikk på det området, der det er et klart oppdrag til helseregionen om at det å samarbeide med private er en del av løsningen og ikke et problem, som ble kommunisert under den forrige regjeringen. Vi ga også i 2015 et veldig klart oppdrag til helseregionene om å bruke mulighetene i forbindelse med offentlige innkjøp til å være med på utviklingsarbeid. Når det gjelder Oslo Cancer Cluster, er det mulighet til å søke om å bli et «Global Centre of Excellence», som de har gjort tidligere. Det vil de også ha muligheten til i framtiden, og det svarte også næringsministeren representanten Ruth Grung på i går i spørretimen. Men det er ikke regjeringen som sitter og hvem som skal få den typen status. Det er et rent faglig spørsmål, der en konkurrerer med andre. Det vil også være situasjonen ved framtidige utlysninger. Senteret vil være avhengig av at det tilfredsstiller de faglige kravene som stilles, og at de vinner i den konkurransen. Tilgangen på kapital er det som også i den gjennomgangen av næringen som jeg refererte til i mitt svar, framheves som et av de mest utfordrende områdene. Der skiller nok ikke denne næringen seg fra andre næringer. Jeg vil også framheve tilgangen på kompetent privat kapital, for det vi ser av alle næringsklynger som har vokst opp i Norge – enten det handler om olje, fisk eller andre næringer

som et av sine kompetanseområder. Da er det en fordel om de private får beholde kapitalen, sånn at de kan investere i nye, lønnsomme arbeidsplasser. Det er en veldig dårlig strategi å ta fra dem kapitalen og så dele ut tiende etterpå, for da blir det færre investeringer, ikke flere investeringer. Takk til interpellanten for interpellasjonen om helseindustri. Som også statsråden viste til i sitt svar, har kapitalen og så dele ut tiende etterpå, for da blir det færre investeringer, ikke flere investeringer. Takk til interpellanten for interpellasjonen om helseindustri. Som også statsråden viste til i sitt svar, har vi nå ganske gode tall som viser oss hva de kjente størrelsene er i Norge, men som også gir gode indikasjoner på hva perspektivet kan være for norske muligheter. Det er jo litt stemning for å løfte nye industrier med en lav oljepris og et åpenbart behov for å bygge nye industrier i dette landet. Etter å ha hørt interpellanten og statsråden var jeg litt bekymret for om dette bare skulle bli en rørende enighet om hvem som er mest for å bygge denne nye næringen. Det ble det ikke da statsråden fikk ordet for andre gang. jeg forventer at regjeringen evner å løfte en global industri som Norge har åpenbare fortrinn knyttet til å kunne være med og ta del i, uten at man skal vise til privatisering av vår felles helsetjeneste som det som liksom er hovedgrepet, for Norge har gode forutsetninger for å lykkes med å skape en sterkere helseindustri, ta markedsandeler og få vekstbedrifter. Det handler om at vi har et høyt utdanningsnivå, vi har høy kvalitet på forskningen, vi har unike helseregistre og biobanker, som interpellanten påpekte, og vi har underskogen av selskaper som viser stort potensial. Vi har også en økende internasjonal gründerkompetanse i Norge, har økt satsing på innovasjon i helseforetakene. I tillegg har vi naturgitte fortrinn innen f.eks. bioprospektering. Å bygge videre på det grunnlaget mener jeg er avgjørende for framtidig vekst og velferd. Med de helseutfordringene vi ser i verden i dag, er biomedisin en global vekstnæring, og Norge har fortrinn som gjør at vi kan ta del i denne veksten. Vi har f.eks. artsmangfoldet til havs, som i mindre grad er blitt utforsket, til tross for at havet dekker nesten 70 pst. av jordas overflate. Norge forvalter store havområder, og det finnes trolig titusener av arter som er lite undersøkt, og som kan være viktige kilder til nye stoffer for framtidig utvikling av legemidler.

at både nasjonalt og internasjonalt samarbeid må finne sted for å oppnå optimal utnyttelse av disse dataene og dette biologiske materialet. Kompetanse og ressurser på tvers av regioner og institusjoner blir viktig, og det blir viktig at man også har klare styringssignaler fra den sittende regjering om hvor man vil hen. I dag brukes ikke helsematerialet vårt godt nok, fordi det ikke er tilgjengelig nok. Nå ligger det gode vedtak til grunn for å få opp farten i det arbeidet. Vi ønsker fra Arbeiderpartiets side at biomedisin inngår som et strategisk satsingsområde i Norge når man snakker om å omstille for framtiden med en mindre oljeinfluert økonomi. økonomi. Da må vi investere i strukturer og virkemidler, slik at vi kan høste av disse norske satsingene på helseundersøkelser, biobanker og helseregistre. Vi må styrke klyngene og TTO-ene ved landets universiteter, særlig de medisinske fakultetene, og vi må forløse en bedre utnyttelse og økt kommersialisering av medisinsk forskning. Så klapp på skulderen til interpellanten. Her mener vi at Norge må satse,

en utrolig spennende tid. Klarer vi å ta de viktige og riktige grepene, kan helse bli en stor og viktig næring for Norge i framtiden. Jeg mener vi er et godt stykke på vei til å nå det målet. Det er mye enighet i denne debatten om det norske potensialet når det gjelder utvikling og vekst innen helsenæring, men vi kan allikevel ikke se helt bort fra at det er politiske skillelinjer også. også. Det er interessant at Arbeiderpartiet snakker varmt om behovet for større kommersialisering i forskning og utvikling i helse, mens når vi diskuterer tjenesteproduksjon i helsesektoren, møter vi ofte et helt annet Arbeiderparti, et Arbeiderparti som mener at omsorg ikke egner seg for konkurranseutsetting, som ikke ser behovet for å benchmarke viktige tjenester, og som ikke ser at for å løse behovene innenfor pleie- og omsorgssektoren i årene framover, trenger vi mer, ikke mindre innovasjon også i tjenestene. Av erfaring vet vi at den private sektoren har gode resultater på dette området. Innovasjon Norges rykende ferske rapport, Drømmeløftet 2016, sier det veldig tydelig: «Vellykket innovasjon i helsesektoren har trippel vinningseffekt. For den enkelte pasient vil bedre behandling, medisin og omsorg gi et mye bedre og lengre liv. Samfunnet vinner på å ha bedre og mer ressurseffektive helsetjenester Næringslivet vinner når det klarer å lage og selge verdens beste løsninger på sentrale helsebehov. Helse som næring skiller seg fra mange andre næringer ved at det offentlige utgjør brorparten av markedet. En befolkning i aldring og nye, store pasientgrupper gir vekst i offentlige helseoppgaver. De omfattende behovene utgjør en potensielt kraftig driver for innovasjon i helsenæringen. Når viktige eksportinntekter fra petroleumssektoren reduseres eller uteblir er offentlig sektor nødt til å tenke nytt om hvordan vi finansierer og organiserer det omfattende norske velferdssamfunnet.» I Høyre deler vi dette framtidssynet på de utfordringene vi står overfor, og mener derfor at Arbeiderpartiet bør utfordres sterkere på hvorfor selve tjenesteutøvelsen i pleie- og omsorgssektoren skal skjermes fullstendig for konkurranse om kvalitet, for konkurranse om innovasjon og pasienters tilfredshet. Vi kommer heller ikke helt unna at i en diskusjon om ny norsk helsenæring er de skattemessige rammebetingelsene i Norge også viktige. Formuesskatten er en utfordring. Formuesskatten forskjellsbehandler utenlandske og norskeide bedrifter, den er en skatt på norsk eierskap som er uheldig i oppbygging av næring, som det nye norske industrieventyret. Jeg ønsker at norske gründere skal kunne gå hele veien fra oppstart og til leveranse av viktige produkter og tjenester i markedet, uten å måtte selge selskapet ut av landet av skattemessige årsaker. En fersk rapport fra BI og Oslo Economics stadfester at selv om den multinasjonale legemiddelsektoren i Norge er mindre enn i andre europeiske land, er sektorens virkninger betydelige. Multinasjonale legemiddelselskaper er en av de viktigste aktørene innenfor legemiddelforskning og innovasjon i Norge og bidrar til å skape høyt spesialiserte jobber av god kvalitet. I Høyre er vi glad for at Arbeiderpartiet har et stort engasjement for dette området, og jeg vil takke representanten Grung for at hun har valgt å ta opp temaet sånn at vi får diskutert dette i Stortinget i dag. Jeg håper vi kan få en tverrpolitisk enighet om viktigheten av å legge til rette for at helsenæringen kan bli en stor inntektskilde og skape viktige arbeidsplasser i Norge i årene framover, og jeg håper at vi også kan få en enighet om at de private må bli med det offentlige på flere felt. Det kommer positive toner, synes jeg, fra representanten Grung også når det gjelder dette i dag. Vi trenger en enighet om at alle gode krefter må være målet for en helsenæring i vekst, og jeg håper at denne debatten er en god start for dette. Da jeg hørte debatten, tenkte jeg på at det er

dette arbeidet er for at Norge skal være i forkant med avgjørende viktig kreftforskning. Det handler om muligheten til å hjelpe mennesker og også muligheten til å få bedre næringsutvikling på dette området. Da må jeg si at jeg synes de svarene vi har fått, blir litt passive. Jeg har tatt opp spørsmålet om Oslo Cancer Cluster i spørretimen tidligere, med næringsministeren, og vi hørte svar fra næringsministeren og fra helseministeren i spørretimen i går – og i debatten i dag om at de må søke på nytt, og at det er ikke regjeringen som bestemmer om de vil kunne få støtte. Det jeg er opptatt av, er om vi har ordninger som er egnet til å drive fram utviklingen på dette feltet. Når det gjelder f.eks. det å utvikle kreftmedisin, vet vi jo at det tar i gjennomsnitt 13 år år å komme fram, gjennom utprøvingsfaser og de forskjellige stadiene man skal igjennom, som helseministeren helt sikkert kjenner godt til. Da er det klart, når det gjelder en ordning som den som heter Norwegian Centres of Excellence, den som Oslo Cancer Cluster har hatt nå, som har en grense på ti år, at det er et spørsmål om det på dette området er egnet å ha den typen begrensninger på på virkemiddelapparatet. Så er jeg klar over at det er noen EU-regler osv., men det har også vært mange tilfeller der man har kunnet forhandle og få til endringer ut fra hva som er den reelle situasjonen og behovene. Global Centres of Expertise, som det er vist til at Oslo Cancer Cluster nå skal søke på, er en ordning som de har prøvd å søke på, som det har vært sagt her, i et par år, ved et par anledninger. De De får som svar der også at kriteriene for ordningen er slik at ikke Oslo Cancer Clusters arbeid er godt nok innenfor ordningen, slik jeg har forstått deler av de svarene. Jeg mener at vi må se på om virkemiddelapparatet er egnet til å fremme en bedre utvikling på dette området. Hvis jeg også skal trekke inn det fondet som står mer for neste fase – når man skal inn og investere i det neste fase – når man skal inn og investere i det enkelte selskap, ikke i Oslo Cancer Cluster – er Investinor det nye fondet som kunne være egnet for dette området. Men der er også kriteriene, formålet, formulert på den måten at det handler veldig mye om reiseliv, maritim virksomhet, tradisjonelle næringer i Norge som har ganske mye kapitaltilgang, mens bioteknologi ikke har vært med i hovedformålene, men kommet inn i en undergruppe nå. Det er vel kun ett prosjekt innenfor Investinors portefølje som handler om bioteknologi. Det er stort behov for å gå gjennom virkemiddelapparatet, om det er egnet til å hjelpe denne typen industri. De ordningene vi har, virker ikke særlig treffsikre. Når vi møter et tilfelle som Oslo Cancer Cluster, som alle bejubler, men som ikke har noen muligheter innenfor noen ordninger, mener jeg ikke noen muligheter innenfor noen ordninger, mener jeg ikke at man skal gå inn i den enkelte søknad fra Oslo Cancer Cluster, men jeg mener vi må se på om vi har ordninger som er egnet for å få en utvikling innenfor medisinsk forskning og næringsutvikling, og hvor de som er motorer her, kan få den nødvendige støtte og hjelp fra myndighetene i de fasene de skal gjennom, at vi greier å tilrettelegge på en god nok måte. Jeg tror det er felles hensikt her, men jeg mener at vi også har et felles ansvar for å se på om virkemiddelapparatet bør forbedres for å møte denne næringen på en riktigere måte. Jeg konstaterer at det er

og der kjenner vi godt til industritradisjonen, og vi vet at innen petroleum har man egne særregler, har forskningsmidler rett i et departement, og alt er sydd sammen. Når vi skal bygge opp en ny helsenæring, blir det helt avgjørende at vi får et mye tettere samarbeid med hensyn til forskning, og jeg gjentar en gang til: Det er helt avgjørende at man adresserer at forskningsmidler må innrettes mer på å gi konkrete resultater og samhandling med Det ble ikke godt nok svart på nå, det antar jeg at vi følger opp videre. Det samme gjelder mandatet for innovasjon i helse, og jeg tror det må være mye tydeligere når vi skal snu det. Det tredje er endring og tilpasning av næringspolitikken for å være beredt i forhold til den omstillingen vi står foran nå. Når det gjelder Global Centres of så jeg vil gjerne ha en bekreftelse på om midlene er der, eventuelt at de kommer i statsbudsjettet når vi kommer så langt. Så er det viktig at vi klarer å utnytte helsedataene bedre. Der ønsker vi også en dialog med hensyn til å gjøre dem lettere tilgjengelig, selvfølgelig innenfor de lettere tilgjengelig, selvfølgelig innenfor de etiske standarder og personvernhensyn som gjelder, men også at næringslivet får tilgang til dem og klarer å bruke dem aktivt til å utvikle ny industri, ny sysselsetting og ny verdiskaping. Når det gjelder debatten i forhold til næringstenkning, tror jeg jeg lar den Vi er helt tydelige på hva vi mener med helsenæringer, og vi er helt tydelige på hva vi mener med kjerneområdet med hensyn til omsorg, så vi kan heller enes der vi er enige. Når det gjelder å få tilgang til mer av den statlige kapitalen, tror jeg at det er ganske stor treghet med tanke på de store næringene som har eksistert over så lang tid, å snu skuten og og klare å innrette dem og se potensialet, selv om man har vist til veldig høye tall for hva de bidrar med i forhold til statsbudsjettet, og at Norge trenger å støtte konkurranseutsatt næring, som vi har lang tradisjon for, så det kommer vi også tilbake til. Takk for en god debatt. Jeg vil også takke for en god debatt, der vi utfordrer hverandre på et veldig viktig område. Jeg er

Jeg opplever også når jeg hører på både representanten Kjerkol og representanten Grung, at man går igjennom veldig mye av det som bør gjøres, og jeg mener at mitt svar viser at det gjør vi også på hele rekken, fra forskning, de næringsrettede ordningene innenfor etablering, innovasjon, gründerskap til det offentlige som kunde og innkjøper. innkjøper. Det jeg ser, er at bl.a. når det gjelder spørsmålet om muligheten for offentlig–privat samarbeid på forsknings- og utviklingssiden, var det gjennom Innovasjon Norge i 2014 over 50 prosjekter med tildeling på til sammen 53 mill. kr av en totalpott på 285 mill. kr, som gikk til helse. som gikk til helse. Det er et viktig poeng; de ordningene på dette området som denne regjeringen konsekvent har styrket i statsbudsjettene, ser vi treffer nettopp helsenæringen godt, og helsenæringen er nå på nivå med de næringene som vi har tenkt på som de tradisjonelle næringene i Norge. For eksempel når det gjelder

helseforskningen som man nå gjør gjennom Tromsøundersøkelsen, gjennom den nye HUNT-undersøkelsen. Det er arbeid som, som også representanten er klar over, man nå skal få over på registerområdet for å gjøre dem mer tilgjengelig – enklere regelverk for forskning og utvikling. Men så er det et politisk poeng at det er en ganske stor forskjell mellom et parti som ønsker private hjertelig velkommen til 7 pst. av virksomheten, og et parti som ønsker private velkommen til over 90 pst. av virksomheten. Det utgjør egentlig en ganske stor forskjell i potensialet for næringsutvikling på dette området, som man ikke kan snakke seg vekk fra. Sak nr. 11 er da ferdigbehandlet. Stortinget er da klar til å gå til votering.

å gjøre det på for private. Det

i et senere møte i Stortinget. I sakene nr. 3–6 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Iselin Nybø på vegne av